noe lengre tid for å gjennomføre denne, går komiteen inn for å utvide dagens frist for kremasjon og gravlegging

alder eller helsetilstand. Derfor er vi fornøyd med at endringene i loven ikke

ivaretas. Dette er også en helt konkret oppfølging av kirkeforliket av 10. april 2008.

Dette er kunnskap som har betydning for å kunne behandle medmennesker med respekt. Politikken vi er med på å forme, må gjenspeile at vi lever i et samfunn med mange ulike religioner representert. Uansett hvilken gud du tror på, skal du bli møtt med respekt når du skal gravlegge en av dine aller

til at Kirkelig fellesråd kan ivareta dette ansvaret. Både muslimer og katolikker vil nok komme til å få behov for større gravlunder i tiden framover på grunn av økt tilflytting til Norge. For muslimer er det naturlig å bli begravd uten kiste, men er ikke et stort problem her til lands, fordi ifølge muslimsk overbevisning skal muslimer følge lovene i det landet de bor i. Jeg vil

Det er gledelig at komiteen har kommet til enighet om at frist for gravlegging og kremasjon settes til ti virkedager etter dødsfallet. Med det mener jeg at vi imøtekommer den forskjell det er mellom de rett til å utøve sitt livssyn. Det er en del av de fastslår retten til tros- og livssynsfrihet samt retten til

tros- og livssynssamfunnene har i forbindelse med gravferd i et flerkulturelt samfunn med økt tros- og livssynsmessig mangfold, får tilslutning. Dette er jeg svært tilfreds med.

av andre ting som skjer. Ellers må jeg si, som forrige taler, at det å sitte i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og behandle bl.a. dette utfordrer en, og det utfordrer en på en god måte.

for jeg er ganske overbevist om at vi ikke har greid å fange opp alle nyanser i dette vi nå vedtar, men så lenge

til å ta hensyn til både dem som trenger å få ting gjort raskt med tanke på religion, og livssyn, og dem som trenger litt lengre tid. Så har jeg lyst til Så har jeg lyst til å understreke at det punktet som gjelder Kirkelig er bare en presisering, for uansett er det kommunen som finansierer det. Men det som er hele poenget med den merknaden, er å vise til at kommunene må ta ansvar for de økte kostnadene som kan komme når det gjelder å sørge for tilrettelagt gravplass, gjerne andre steder der det om i komiteen, var å gå inn i loven og Det betyr nok ikke nødvendigvis at det er uenighet om det, men jeg oppfatter at noen vil ta dette i en senere sak, som det

nevnte at noen ville legge til rette for å avgiftsbelegge både kistegrav og urnegrav. Det er jo

for de begravelser som ikke er hjemmehørende i kommunen. Det ville altså vært ivaretatt i vårt forslag Så har det vært litt fram og tilbake om hvilket navn som skal brukes. Her er det nok mye følelser og ulike tradisjoner i de forskjellige landsdelene. Nå har flertallet landet på bedre ord og et ord som blir brukt veldig mange steder. Vi registrerer at det er det ikke enighet om. Vi er litt lei oss for det, for vi føler at mange har et mye bedre forhold til det

for dekonstruksjon av statskirken, og det er et spennende, vanskelig og nødvendig arbeid. Et moderne samfunn preget av mangfold når det gjelder skal et moderne samfunn ha et offensivt og positivt forhold til tro og livssyn – det skal ikke

er preget av det. På mange måter tilhører tro og livssyn en viktig del av – skal vi kalle det – infrastrukturen i et samfunn. Det er noen systemer, noen ritualer, som må være på plass, og som vi er

vi virkelig viser – prøver i hvert fall oppriktig å vise – at vi møter de ulike behov og

og de ulike tros- og livssynssamfunn, at vi virkelig skal få dette til å fungere på den gode måten som vi alle er ute etter i denne

jeg ferdig med innlegget mitt. Så er jeg spent på den videre debatten. Jeg har også behov for å understreke at det har vært et interessant arbeid i komiteen, og at vi har hatt veldig mange gode høringsinstanser. Og som sagt er jeg særlig spent på

gjør livet meningsløst fordi alt vi noensinne har strevd for, opphører med den, og den gjør livet meningsfylt fordi dens nærvær gjør det lille vi har av det, umistelig, hvert øyeblikk kostbart.» Stortinget behandler i dag endringer i gravferdsloven og kirkeloven. Endringene har sin kime i kirkeforliket og har som siktemål framstår som logiske og naturlige, ja selvsagte, i et mangfoldig samfunn. Og de er en stadfesting av den gode praksisen som er etablert i mange kommuner i dag.

Dette er også noe mange kommuner samarbeider godt om å løse i dag, og det har paralleller til andre forvaltningsområder der kommunene samarbeider på tilsvarende måte. En annen avgift som også er diskutert i denne saken, er

og anser det som naturlig at det forslaget blir drøftet i et slikt videre arbeid. Det er spesielt to begrep som har vært mye debattert i anledning lovendringen. Det gjelder hva slags ord skal erstatte begrepet kirkegård, og det gjelder vigsling. Til det første er det å si at flertallets forslag om gravplass ikke får betydning utover å være et begrep som skal brukes i loven. Rundt om

Folk har et forhold til betegnelsen som brukes lokalt, og ikke til hva betegnelsen er i lovteksten. La meg også understreke at retten til å vigsle gravplasser ikke blir innskrenket med den nye loven. Komiteen har

Faneparagrafen blir også her styrende; den skal være fleksibel for å imøtekomme de ulike behov og tradisjoner som finnes knyttet til den enkelte

Det å få en begravelse i samsvar med egen tro og eget livssyn er viktig for oss. For oss i Kristelig Folkeparti er det viktig at alle, uansett livssyn, skal få en verdig begravelse. Det var også viktig for oss i forhandlingene om stat–kirke. Vi vet hvor viktig det er for oss, og andre har krav på samme verdighet som vi ønsker

De kirkelige fellesrådene har fått delegert ansvar for gravferdsforvaltningen. Det er et offentlig ansvar å sørge for gravplasser og etablere ordninger som sikrer at gravferd og jordfesting skjer i

Dersom dette ikke lar seg oppfylle i den enkelte kommune, må man finne løsninger regionalt.» Men det er viktig med god rådgivning om hva det er mulig å Det bør ikke overlates til den enkelte gravferdsarbeider i møte med sørgende. Også den kristne del av befolkningen har fått et tilpasset regelverk om hva som er mulig, og det må i dialog med andre tros-

Noen stikkord derfra er: høy score når det gjelder å behandle folk med respekt, ha evne til å være imøtekommende, lytte og forklare beslutninger. Det viser at den delegerte forvaltningen fellesrådene har fått, har de forvaltet med klokskap og med respekt for annerledestroende. Men gjennom det som regjeringspartiene i dag antagelig vil vedta, utnytter de den kloke håndteringen fellesrådene har vist. Nå skal hvert fellesråd få regningen hvis det ikke er i egen hjemstedskommune. Det er en gåte for meg at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil legge opp til et system som kan føre til en unødvendig konflikt lokalt. Selv om man har den respekt for andre, er det ikke tvil om at når man sitter med de årlige budsjettene og ikke har råd til diakoner eller ungdomsarbeidere,

åtte dager for gravferd og bisettelse, har vi fått mange henvendelser om at i dag brukes dispensasjonsadgangen meget hyppig, spesielt ved kremasjon. Derfor er det med stor tilfredshet jeg ser at regjeringen har økt den tidsfristen, og at regjeringspartiene her på Stortinget går enda litt lenger og går inn for ti virkedager. Det vil være mye mer i samsvar med den praksis som er i dag. Men det er viktig å understreke at det skal tas menneskelige hensyn, og noen vil ha behov for en rask begravelse. Det skal de også få muligheten til. Når det gjelder brukerbetaling og

og det kreves en viss kreativitet for å finne de gode løsningene. Dette er en oppfølging av kirkeforliket. Det er et felt det gjøres en veldig god jobb på rundt omkring i landet, og det er veldig konflikter knyttet til dette feltet, som er sårt, spesielt og viktig for oss alle. i Oslo – som har mange religioner og mange ulike perspektiv – ser jeg veldig få konflikter knyttet til dette. Så det betyr at det er mange som gjør en god jobb Jeg har lyst til å nevne noen temaer som har vært viktige for Venstre, og som vi kommer til å følge opp. Vi syns også

har ført til noen stor endring. Men jeg skjønner at Kirken har lyst til å ha det alle andre har. Det får de nå i dag. Men jeg har gjentatt Venstres skepsis mot å tro at dette er bra. Jeg syns også nå at vi kommer til et punkt

som jo også er en del av dette. Venstre mener at avgiftspolitikk er noe man skal bruke for å få den endrede adferden som man her handler om arealbruk i forhold til urnegrav og kistegrav. I noen kommuner kan det være ønskelig å I noen kommuner kan det være ønskelig å ha flest mulig kistegraver. I andre kommuner, som f.eks. den kommunen som vi er i, med veldig lite areal, vil det være ønskelig for kommunen å stimulere til flest mulig Vi mener at folk skal få velge sjøl om det skal være urnegraver eller kistegraver, men vi mener også at kommunen skal få velge sjøl hvilken av de

Jeg mener at alle de høringsinstansene man leser, sier at dette burde man ha vært jo generelt at man skal være liberal i det meste, men dette er et felt der man med fordel kunne ha laget et mye rausere regelverk. Jeg er glad for at vi får støtte av Høyre og jeg håper at regjeringa, som sier at den skal diskutere dette, tar med seg de signalene. Til slutt: Jeg har lyst til å nevne det med verdige seremonirom. SV sa at dette ikke er et så stort problem. Det er det nok mange steder. Jeg har sjøl opplevd at folk må avholde sjølve seremonien på parkeringsplassen ved siden av kirken, fordi man ikke finner noe rom

Her mener jeg regjeringa burde ha strukket seg lenger for å få til løsninger. Det er viktig at kommuner som bygger f.eks. fine kulturbygg, tenker over om de har muligheten til å bruke noen av arealene til den type rom, og tar det med

og livssynsmessige minoriteter har i forbindelse med gravlegging. Gravplassene våre skal være for alle. Jeg er glad for at komiteen på vesentlige punkter står samlet om viktige tilpasninger.

skal kunne skje med respekt for avdødes religion og livssyn, er at det er tilstrekkelig kunnskap om ulike tros- og livssynssamfunns behov. De lokale gravferdsmyndighetene har gradvis

Et sentralt spørsmål er hvordan en kan sikre særskilt tilrettelagte graver. Slik tilrettelegging bør som normalordning kunne skje i bostedskommunen til avdøde. Men kommunen kan, og bør noen steder, samarbeide om et tilbud.

Jeg merker meg at komiteen er positiv til at departementet vil vurdere å nedsette et utvalg for å utrede behovet for om eventuell økonomisk likestilling av kremasjon og kistebegravelse hører etter min mening hjemme i Et mindretall i komiteen fremmer også forslag om at loven skal legge det økonomiske ansvaret for særskilt tilrettelagt grav direkte bryte med ansvarsforholdet mellom kommune og Kirkelig fellesråd i gravferdsloven og være lite praktisk. jeg forventer at kommunene bevilger tilstrekkelige ressurser til dette, uten at det går ut over andre oppgaver. Jeg vil tydelig understreke at Den norske kirke fortsatt skal kunne vigsle nye gravplasser. En bestemmelse om innvielse av nye bør likevel markere at tros- og livssynssamfunnene skal ha lik adgang til å gjennomføre en innvielsesseremoni. Slike hensyn tilsier etter min mening at lovverket ikke bruker ikke til hinder for at en lokalt bruker navn som «kirkegård». Det er argumenter for og imot både «gravlund» og

En utvidelse av dagens frist for kremasjon og gravlegging kan skje på flere måter. Jeg har ikke innvendinger mot at komiteen har samlet seg om en frist på ti Noen vil ønske gravlegging så raskt som mulig, eller i løpet av de første dagene. Regelen vil ikke være til hinder for det. I høringen er det kommet synspunkter om at regelverket for askespredning bør Jeg merker meg at komiteens flertall ønsker at departementet på egnet måte skal vurdere hvordan dette kan Jeg er glad for at det nå også kommer på plass en ny hjemmel i kirkeloven for å kreve framlagt barneomsorgsattest, som er den tekniske betegnelsen, ved tilsetting eller engasjement av frivillige i kirken. Men jeg er også enig i at en politiattest ikke kan erstatte andre tiltak for å hindre

Det er en gåte for meg at man ønsker å legge opp til en interessekonflikt som kan skape en uro mellom tros- og livssynssamfunn på Hvorfor ønsker statsråden og regjeringspartiene at det her skal legges opp til et betalingssystem som gjør at fellesrådene må stå i valget mellom det å ha råd til diakoner og ungdomsarbeidere og det å gravlegge annerledes

Det er noe av bakgrunnen for at jeg mener at det som er dagens forslag, er det naturlige forslaget. Jeg mener at dersom vi skulle innføre et enkeltfakturasystem, der kommunene måtte opprette et kontor, en ordning, for å betale direkte ut til andre fellesråd, ville det byråkratisk ordning. Jeg har tiltro til at kommunene, sammen med fellesrådene, finner gode ordninger for dette. Jeg har også forventninger om at man i de kommunene

Men jeg har lyst til å spørre om avgiftsbelegging av ulike slags gravplasser. Vi ønsker å flytte den makten ned til kommunene, for at de skal få lov til å bestemme det som faktisk er mest

som skal behandles senere. Vi kan jo håpe på enda bredere støtte når det skal endelig behandles i Stortinget. Men har ikke statsråden forståelse for at kommunene her har veldig når det gjelder å stimulere til mye arealbruk eller å stimulere til lite arealbruk? Jo, jeg har forståelse for det. Som jeg sa i mitt svar til forrige replikant, har jeg vært veldig var på å utfordre det som jeg oppfatter er noe av det prinsipielle i

Når vi sier at vi vil komme tilbake til dette, er det bl.a. basert på høringsuttalelsene

Men der det er særskilte minnesmerker, er jeg trygg på at de lokale vil sørge for at man får fredning av de krigsminnesmerkene som omhandler norske falne i krigen, på en god måte vi ikke har en sentral oversikt over det. Som jeg sa, er det veldig mange som ligger i egne familiegraver, der det ikke er gitt noen indikasjon på at dette var en Men der det er minnesmerker, har jeg god tro på at de lokale vil forvalte dette på en god måte, og sørge for at det også blir ivaretatt i framtiden på en tilsvarende måte som

der hvor det ikke er lagt til rette for det i egen hjemkommune. Argumentene som regjeringspartiene bruker i denne saken, er i all hovedsak praktiske – man synes det er upraktisk å gjennomføre det på en annen måte. Men jeg har egentlig bare et helt enkelt spørsmål, og det Men jeg har egentlig bare et helt enkelt spørsmål, og det er: Ser statsråden overhodet at dette kan være en kime til konflikt mellom forskjellige tros- og livssynssamfunn lokalt og fellesrådene? Vi har delegert gravferdsmyndigheten til Kirkelig fellesråd, og

de særskilte utfordringene som eventuelt vil dukke opp i den forbindelse, på en fornuftig måte i sitt arbeid med å legge gode budsjetter for

Det er bra. Det er bra fordi dette er nasjonale minnesmerker, dette er minnesmerker som nasjonen Norge har et ansvar for å ivareta i forhold til erindringen om en krig

at polakker, franskmenn og briter som ga sitt liv for Norge på Narvikavsnittet, får en lovbeskyttelse, men jeg synes det er trist at stridende fra Finnmark, Trøndelag og Vestlandet som ga sitt liv på Narvikavsnittet, i dag ikke får den samme beskyttelsen som man gir til alle andre som

Det synes jeg er synd. Jeg synes det er synd for Mangfolds-Norge, og jeg synes det er synd at vi legger opp til et system som kan skape en uro og en å kjøre med hensyn til taletiden i mitt hovedinnlegg, men jeg hadde også behov for å si litt mer om lovens navn og begrepsbruk i loven som tas opp. Det viktigste her for Kristelig Folkeparti er at det skal være mulig å ha et lokalt navn som passer på Ligger gravområdet i umiddelbar tilknytning til kirken, så er det viktig, det kan være riktig, og det skal fortsatt være lov å kalle området for kirkegård. Så i realiteten er det

Når det gjelder politiattest, mener jeg det er riktig at også Den norske kirke får en mulighet til å kreve det for dem som jobber med barn og unge, på lik linje med andre. Men jeg er veldig enig med Venstre når det gjelder deres bekymringer for at dette blir en og at vi ikke jobber mot overgrep på andre områder. For vi vet at dette ikke er noen garanti; det kan være en sikkerhet i utgangspunktet, men det må jobbes på helt andre områder. Like viktig som det

at det fortsatt skal være anledning til å gjennomføre vigsling. Jeg registrerer at både regjeringspartiene og statsråden her har bekreftet at det fortsatt skal være tillatt, selv om en gjør endringer i loven, og det er Kristelig Folkeparti fornøyd med. Jeg
så nærmere på,

gravlegges kirkelig, dem som er muslimer og dem som er ikke-troende eller annet. Når flertallet har valgt å gå inn for at Kirkelig fellesråd fortsatt skal ha oppgaven med forvaltningsansvaret på vegne av kommunen, må det være en forutsetning at de tar dette ansvaret, og at de handler på vegne av hele kommunens innbyggermasse. Da er det kommunens ansvar å sørge for at fellesrådene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig for at de

prioritere ungdomsarbeid, eller – som representanten Eriksen sa – gravlegge muslimer. Da bruker man denne talerstolen til å fremme en type konflikt som jeg synes er helt unødvendig, og man legger opp til at denne konflikten også videreføres i kommunene. Jeg tror det er de færreste som ville ha tenkt på, midt oppe i sorg og gravlegging, at de var i konflikt Kirkelig fellesråds ungdomsarbeid, eller at de på annen måte skulle ødelegge for det arbeidet som Kirkelig fellesråd gjorde. Jeg håper heller ikke at Kirkelig fellesråd synes det er en stor på vegne av kommunene har blitt gitt ansvaret for å gravlegge muslimer og andre på en verdig måte, og at det selvfølgelig også inngår å ta kostnadene knyttet til dette. Jeg synes det er unødvendig å bruke denne talerstolen til

forstår hvordan man jobber med de årlige budsjettene i et fellesråd. Det er klart at når man sitter med budsjettene, må man sette ting opp mot hverandre, akkurat som vi her i Stortinget må gjøre når vi holder på med budsjetter. Det betyr at det her ligger en kime til konflikt. Hvis Wickholm tror at dette bare er konflikt. Hvis Wickholm tror at dette bare er en konflikt som skapes av Eriksen, viser og illustrerer det i all sin bredde at regjeringspartiene ikke har forstått rekkevidden av det forslaget de Jeg skulle ønske at vi var rause med hverandre og klarte å finne ordninger som gjorde at man skapte minst mulig muligheter for

fra å leie til å eie egen bolig. En stabil boligsituasjon er en viktig forutsetning for et godt liv og påvirker helse, yrkesdeltakelse og andre forhold positivt. En ustabil boligsituasjon har motsatt effekt. Utgangspunktet for forslaget er en modell fra Fræna kommune som i korte trekk har Utgangspunktet for forslaget er en modell fra Fræna kommune som i korte trekk har bestått i at kommunen har kjøpt en bolig, finansiert med tilskudd fra Husbanken og et lån som kommunen har Det har så vært inngått en femårig leiekontrakt, der leien har vært satt til det beboerne vil klare å betale. Etter fem år har de så kunnet kjøpe boligen. Basert på de positive erfaringene fra Fræna ønsker Det er noe en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, også ønsker. Det brede flertallet deler forslagsstillernes ønske om å styrke vanskeligstiltes muligheter for å etablere seg på I brev til komiteen av 10. desember varslet kommunal- og regionalministeren at hun åpner for en ny og mer hensiktsmessig leie-før-eie-ordning gjennom Husbanken. Flertallet er tilfreds med dette, og mener at det også kan bli aktuelt å vurdere andre leie-før-eie-modeller i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om boligpolitikk. Fra Arbeiderpartiets side er vi opptatt av å få vurdert om og hvordan mulighet til å etablere slike prosjekter. Den modellen vi drøfter i dag, er en god løsning i kommuner der en bolig er et hus. Den er ikke tilpasset behovene der flerhusholdningsbygg er er opptatt av å advare mot detaljregulering, mener ordningen ikke vil virke og hevder den er dyr og vanskelig å administrere. Bruken av begrepet «detaljregulering» må bero på en misforståelse. Regjeringens leie-før-eie-modell er ikke et som tilbys kommunene. Flertallet er opptatt av at kommunene skal ha et bredt spekter av virkemidler for å Det vil være opp til den enkelte kommune å vurdere om dette og andre virkemidler er hensiktsmessige. Forslaget utvider altså det kommunale handlingsrommet, og gir samtidig vanskeligstilte større frihet til å velge om de vil leie eller eie. At det skal være et uttrykk for statlig detaljregulering, er At det skal være et uttrykk for statlig detaljregulering, er vanskelig å forstå. I tillegg er ordningen verken dyr eller vanskelig å administrere – tvert imot. Og erfaringene fra Fræna er så positive at Fremskrittspartiets påstand om at ordningen ikke Jeg fikk ordet først, president. Det er imidlertid min vararepresentant som er oppført i komitéinnstillingen og på Stortingets hjemmesider som saksordfører. Saken har ligget til behandling i kommunalkomiteen siden 6. desember i fjor. Jeg ble valgt til saksordfører på komitémøtet dagen etter og har vært sakens ordfører mens komiteen har behandlet saken, og jeg er det her i dag. som saksordfører i Stortingets administrative systemer, er at jeg hadde permisjon på grunn av et annet oppdrag for Stortinget den dagen saken ble avgitt i komiteen. At innstillingen må jeg. Jeg synes likevel det er merkverdig at Stortingets hjemmesider og øvrige dokumenter ikke skal være riktige. Praksisen med at saksordførerskapet overalt ellers følger den som tilfeldig møter som vararepresentant når saker avgis, er ikke hjemlet i og gir i beste fall et unøyaktig inntrykk, i verste fall skaper den praktiske problemer. Hvordan skulle man f.eks. håndtert det om min vararepresentant hadde møtt for en annen representant her i dag? Jeg har tatt opp denne saken med Stortingets administrasjon, uten denne praksisen. La meg understreke at det ikke handler om å fordele ære eller skyld, men om at formaliteter bør avspeile faktiske forhold. Det er generelt en god kjøreregel. Til slutt vil jeg nevne at denne saken er et eksempel på at opposisjonen blir når det fremmes private forslag. Vi har vært igjennom mange runder i denne salen der det er blitt satt spørsmålstegn ved hvorfor ikke regjeringspartiene bare kan stemme for ting de er enig i. Denne saken er også et eksempel på hvorfor det ikke Regjeringens leie-før-eie-løsning er en bedre og mer fleksibel løsning enn den Kristelig Folkeparti opprinnelig foreslo. Men vi oppnår det samme:

Vi skal i dag behandle eit forslag

Vi er også opptekne av at dette forslaget kan skape stor forskjellsbehandling på

bustad på ordinær måte. Her vil det bli konfliktar, og

denne praksis man har med å nedstemme forslag man i innholdet er enig i, fra flertallet i denne sal, på en litt spesiell måte. Jeg mener at vi i større grad må kunne lytte til forslag også når de kommer fra opposisjonen, hvis man reelt sett er enig i dem. Nå ser det ut til å være en refleksbevegelse å nedstemme forslag som man verbalt sier at man er enig i. Så skaffer man seg et handlingsrom ved at Stortinget ikke har vedtatt noe, selv om det kan være et reelt flertall i salen for Så her ligger det veldig mye politikk og kanskje ikke så mye av det jeg skulle ønske politikken kunne få mer preg av, nemlig å være løsningsorientert i forhold til de gruppene vi er satt til å Når det gjelder selve innholdet i forslaget fra Kristelig Folkeparti, mener vi at det er båret av viktige hensyn til utsatte grupper i boligmarkedene, men fra Høyres side vil vi også fremholde at det er kommunene som i første linje har et ansvar for å bosette sin befolkning, også

sin befolkning, også ut fra lokalkunnskap om hva som virker i lokalmiljøet. Derfor vil vi være forsiktige med å introdusere nye et pålegg, og vil heller vise til det kommunale selvstyret og den lokale kunnskapen de har om som grunnlaget for en lokalt forankret boligpolitikk. Vi vet jo at noen kommuner har meget lang erfaring med å drive utstrakt sosial boligbygging. Blant annet i denne byen har man tatt store løft innenfor boligsektoren gjennom ulike perioder med ulike flertall. at det ikke er så overraskende at storbyene har utviklet sin boligpolitikk i denne retning, fordi storbyene trekker til seg grupper som svært ofte er

sammensatt. Det er jo ikke sikkert at det samme tiltaket vil være treffsikkert. Jeg tror nemlig ikke det er slik at flyktninger og rusmiddelmisbrukere i som sosialt eller økonomisk vanskeligstilte har akkurat de samme behovene. Jeg vil peke på den store forskjellen: Noen har sosiale problemer fordi de ikke har en ordnet boligsituasjon, mens andre har en uordnet boligsituasjon fordi de har

Vi vil avvente denne, og inntil videre vil vi da si oss tilfreds med at forslaget fra Kristelig Folkeparti er av de spørsmålene man vil vurdere videre i en slik sammenheng.

grunnleggende: Det er en menneskerett å bo. Grunnen til at det er en menneskerett å bo, er at alle må bo. Det finnes ikke noe alternativ til å bo. Ingen kan la være å bo. Derfor må vi ha en boligpolitikk som i det store sørger for at vi har en boligforsyning som er stor nok til at det finnes boliger til alle mennesker, og så må vi ha en politikk som sørger for at de som ikke har råd til å skaffe seg en ikke har råd til å skaffe seg en bolig, får muligheten til å skaffe seg en bolig på annet

Der har det vært en økning i antall bostedsløse. Jeg skjønner godt at Åge Starheim ikke setter spørsmålstegn ved tallene på bostedsløse i en sånn setting; det er jo for å unnskylde at de

de siste 16 årene mens Høyre har styrt med støtte fra Fremskrittspartiet, og man har i dag et utbyttekrav på de kommunale utleieboligene på 300 mill. kr. Byen beriker seg altså på vegne av dem som har synes jeg er umoralsk, og jeg har sagt det i salen før. Det forslaget som ligger her, er et godt forslag, fordi det støtter opp under det som veldig mange av dem som leier, har som mål: De ønsker å De ønsker å være herre i eget hus. Det er en målsetting som jeg forstår, og det er bra for samfunnet. Det er bra for Det er bra for samfunnet at folk enten alene eller i felleskap eier sine egne boliger. De tingene man eier, tar man altså bedre vare på, og de tingene man

det er at mens boligtilskuddet til utleieboliger fører til permanente boliger som er i kommunal regi, og som man har som et kommunalt virkemiddel herfra og inn i evigheten

seg et sted å bo. I dag er det sånn at et boligtilskudd har en lang horisont når det går til å skaffe en utleiebolig, mens individrettede tilskudd avskrives over en periode på ti år. En av de tingene viktig at Boligutvalget vurderer, er om individrettede tilskudd som går til egenkapital, kan være noe som i sin helhet går tilbake til kommunen når

Senterpartiet mener at en trygg og stabil boligsituasjon er en viktig forutsetning for et

at kommunene kjøper en ny eller brukt bolig i markedet. Boligen finansieres med tilskudd fra Husbanken og ved at kommunene tar opp et en femårig leiekontrakt med det aktuelle husholdet, der leien settes til en sum som er det maksimale som husholdningen kan klare å betale i I det sjette året kan husholdningen velge å kjøpe boligen hvis den da er i en økonomisk situasjon som gjør at det er mulig.

i dag, og at ordningen ikke er en statlig instruks, men et verktøy som kommunen kan velge å bruke i arbeidet sitt med å skaffe boliger til vanskeligstilte. Ordningen er derfor på ingen måte en begrensning av den lokale styringsretten,

skal være en del av et helt vanlig bomiljø. Dette tjener flere hensikter. Blant annet vil dette gi mulighet til integrering i de tilfeller der det er nødvendig. I tillegg vil det gi betydelig bedre oppvekstvilkår for

Denne ordningen vil kunne gi en positiv synergieffekt i mange menneskers liv. Mange vil bli mer ansvarlige overfor sin egen økonomiske situasjon Det at leietakeren selv skal overta boligen, gir et ekstra incentiv til å holde boligen i orden. Det gir igjen

Kommunen kan fortelle at ordningen gir en forutsigbarhet for både leietaker og utleier, da den har en lengre løpebane enn mange andre tiltak. Videre kan de fortelle at ordningen har gitt til å treffe en gruppe man ikke har klart å nå med andre tiltak. Kristelig Folkeparti er selvfølgelig svært tilfreds med at regjeringen har valgt å støtte dette og at de nå vil legge til rette for leie-før-eie-prosjekt i hele landet for å bidra til at flest mulig kan eie sin egen bolig. Vi hadde i går en debatt

opposisjonen, stemte opposisjonen konsekvent ned. Vel, så er vi da i salen i dag og opplever at regjeringen faktisk har lyttet, selv om representanten Håkon Haugli selvsagt måtte legge til at så veldig mye bedre. Men intensjonen i forslaget, å få til en leie-før-eie-ordning som en nasjonal ordning, har man i hvert fall lyttet til. Det er vi i ikke bare på egne vegne selvsagt, men mest på vegne av dem som kan nyttiggjøre seg en slik ordning. Så det er vi svært fornøyd med.

Gjennom å føre ein sosial bustadpolitikk skal me sikre at alle skal kunne disponere ein god bustad i eit godt bumiljø. Bustadpolitikken er ein viktig del av regjeringa sin velferdspolitikk. Ein Ein trygg og god bustad kan vere ein føresetnad for ei stabil tilknyting til arbeidslivet, for å ta utdanning og for ei god helse. Bustaden er òg viktig for å fremje integrering og for å hindre kriminalitet. Å sikre vanskelegstilte ein trygg busituasjon er difor viktig i kampen

Denne praksisen er truleg i strid med gjeldande regelverk. Det er kommunane som har ansvaret for å

leige-før-eige-ordninga som strategi for å hjelpe vanskelegstilte inn i eigen eigd bustad, kan få statleg stønad til å finansiere dette.

på at denne modellen som eit verkemiddel kan bidra til å endre folk sitt liv til det betre.

Så langt som eg kjenner til kommunane, jobbar dei aktivt for å få lagt ut og regulert

gode planar. Aller først vil jeg takke statsråden for hennes innlegg og hennes støtte til Kristelig Folkepartis forslag. Jeg synes det er veldig flott at man kan se på mange ulike tiltak for å hjelpe folk inn på

Men i dette bildet – vi er litt inne på det i våre merknader – ser vi at det er ganske mange bostedsløse i Norge. Det er ikke sikkert at alle disse passer inn i en men like fullt er det slik at også de må få et boligtilbud. Der har man utfordringer i dag. Representanten Heikki Holmås sa at alle må bo, Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle, også de som er bostedsløse i dag, får et sted å bo – et

til å bu. Det er veldig mange årsakssamanhengar som gjer at folk er bustadlause, det at ein ikkje har ei fast adresse – ein bur ikkje på gata, men ein har ikkje

år. Det har ikke vært tatt så veldig mange initiativ for å diskutere boligpolitikken i sin fulle bredde. Derimot har det vært fremmet mange saker som har vært med på å fordyre boliger for dem som trenger

Mitt spørsmål er meget enkelt. Det er: Når kommer

Men noen er definitivt dypere nede i hengemyra enn andre og trenger andre tilbud enn de som klarer seg For Arbeiderpartiet er boligpolitikken viktig. Vi vil bruke de boligpolitiske virkemidlene i større grad enn de er utnyttet til nå. Vi ønsker at boligpolitikken skal være mer bredspektret og treffe bredere. Her har kommunene en viktig rolle og en mulighet overfor sine innbyggere. Vi har ulike sett av virkemidler, som eksempelvis startlån, men kommunene kan ta en mer aktiv rolle ved å benytte flere av Husbankens muligheter og bygge Nettopp det å leie bolig kan være inngangen til boligmarkedet for dem som

kan de også tilby det til unge folk. Kanskje kan kommunene rekruttere noen nye innbyggere eller beholde noen av dem som Vi vet at mange steder i distriktene er salgsprisene på hus lavere enn det det koster å bygge et Her kan kommunen ta en aktiv rolle og på den måten bidra til attraktive boforhold, både for dem som ikke tar sjansen på å sette seg i gjeld, og for dem som ikke er i stand til å skaffe seg sin egen det å leie kan være inngangen til å ønske å kunne eie sin egen bolig i et litt lengre tidsperspektiv. Representanten Holmås hadde en visitt til det

færre boliger til vanskeligstilte grupper, er jo det nettopp fordi man har villet legge om fra en utdeling av boliger betraktet som et naturalgode, slik at man kan unngå at man får det man Det er en meget viktig strategi, slik at vi ikke fastholder en geografisk dimensjon av ulikhet, som de rød-grønne partiene ofte ellers Alternativet er nettopp å bygge opp betalingsdyktigheten hos personer som ikke har sikre inntekter, eller som har lave inntekter. Det er jo

Så vil eg òg seie at denne ordninga synest eg står på ein heilt annan måte i kontrast til noko av den bustadpolitikken vi ser i Oslo.

veldig dårleg standard. Kommunen betaler høge leigeprisar til private aktørar, som eg vil seie utnyttar den situasjonen som denne gruppa er

er det ikke dekning for. Men det regjeringen foreslår, er en bedre løsning enn den Kristelig Folkeparti foreslo, og som Fræna kommune har praktisert. Regjeringens modell er mer målrettet. Utgangspunktet er den enkelte

Det andre er politikken som går på å sørge for at man får større grad av kommunale utleieboliger over hele byen. Det er en politikk som vi fra venstresiden i Oslo bystyre har stått for.

Der er det vel slik at de siste boligene som ble bygget, er de boligene som ble kjøpt av Stortinget, nemlig i Sigurd Syrs gate. Det var de siste 18 boligene som ble bygget, og det er vel omtrent det vi har sett fra høyresiden i byrådet de siste Det er avgjørende viktig å få det til. Men vi ser altså at byrådet har utbyttekrav på 300 mill. kr i året på de kommunale boligene. En oppstilling gjort av utredningsseksjonen på Stortinget viser hvordan man gjennom salg av kommunale boliger har

flere bostedsløse, ikke færre, og jeg håper at vi etter valget i Oslo kan stå sammen om en

at jeg benytter anledningen til å skryte litt av min egen hjemkommune, Drammen, som var tidlig ute. Allerede på 1990-tallet flyttet vi til kultursektoren. Det var et viktig signal. I mai 2000 behandlet vi en ny handlingsplan for flyktningarbeidet i kommunen, med kvalifisering til deltakelse var et viktig stikkord. Flyktninger som kom til Drammen, måtte gjennom norskundervisning, arbeidsrelaterte kurs,

besøkte vårt nye introduksjonssenter, og enda stoltere da mange av våre ideer fikk gjennomslag i utformingen av ny nasjonal politikk. Introduksjonsordningen og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap har siden innføringen

utvidelse av timetallet fra 300 til 600 timer, utvidelse av personkretsen med rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, innføring av statlig tilsyn og kommunal utvidelse av vilkåret for permanent opphold og for innvilgelse av statsborgerskap fra gjennomførte 300 til 600 timers opplæring er alle ledd i et løpende arbeid

selve grunnlaget for sosial mobilitet, understrekes av alle partier. Det eneste avvikende forslaget er Fremskrittspartiets forslag om å gå

De ga sin tilslutning til forslagene, men uttrykte en viss bekymring for økte kostnader i noen kommuner, spesielt i større kommuner uten ledig kapasitet i opplæringen. En samlet komité ber regjeringen og har merket seg at det allerede er etablert kontakt mellom KS og regjeringen for å ivareta dette. Mindretallet har valgt å nedfelle dette i forslags form. Flertallet har tillit til at regjeringen følger dette opp på en god måte. Avslutningsvis vil jeg som saksordfører nok en gang understreke det som er det aller viktigste denne saken. Et samlet storting gir sin tilslutning til regjeringens forslag om en ytterligere styrking av integreringsarbeidet. Vi lykkes bedre enn mange andre land, men det er fortsatt

at innvandrere som kommer til Norge, skal lære seg norsk. Det er jobb nummer én når man ankommer kongeriket, men det har Går vi tilbake til 1980-tallet og 1990-tallet, førte Fremskrittspartiet i realiteten en ensom kamp for viktigheten av å lære seg norsk språk. Mange av oss kan til da Carl I. Hagen, som formann i Fremskrittspartiet den gangen, nesten ble kastet egg og tomater på, fordi han forlangte at innvandrere måtte tilpasse seg det norske samfunnet og lære seg norsk. I dag er det en selvfølge, men det har vært en lang kamp. Den kampen gikk altså i Men det er stadig nye kamper og stadig nye prinsipper som skal legges til grunn, og politikken må utvikles timer. Vi synes det er bra – og der skal vi skryte av regjeringen – at man innser at det er nødvendig å ha er bare at man ikke tar logikken, konsekvensen, helt ut. Fremskrittspartiet mener at det burde være en selvfølge at vi i Norge, som i svært mange andre vestlige land, stiller krav resultatet av den norskopplæringen og den samfunnsfagopplæringen man får, og at det skal være et vilkår for å få statsborgerskap. Fremskrittspartiet mener at statsborgerskapet er det endelige målet for å bli fullverdig integrert i det norske samfunnet. Man er liksom på lik linje med den øvrige befolkningen når man fått det fullverdige statsborgerskapet. Da er det også naturlig at man knytter noen krav til dette. Det er mange krav som kan knyttes til statsborgerskap, men to selvfølgelige kunnskap om det samfunnet man faktisk skal bo og virke i. Derfor mener Fremskrittspartiet at vi, samtidig med behandlingen av denne proposisjonen, burde lagt inn et slikt krav. Så

særlig de andre opposisjonspartiene i at vi er nødt til å se nærmere på utgiftene for kommunene. Jeg har veldig vanskelig at denne utvidelsen ikke medfører kostnadsøkninger for kommunene som kommer til å virke inn på kommunale budsjetter i tiden som kommer. Det er bra at regjeringspartiene i komiteen signaliserer at man skal følge dette opp, men jeg tror også at det må legges penger på bordet. Så er det også en sak der Fremskrittspartiet er litt uenig i komiteens

Det kunne man fullverdig integrert, og det hadde ikke vært nødvendig å gi opplæring i det på et annet språk enn norsk. Det ville bare ha styrket norskfaget. Vi viser også til at andre land har valgt å gjøre det nettopp altså at samfunnsfagundervisningen foregår på det språket som det er vanlig å bruke i landet. Blant annet Finland praktiserer en slik ordning. Jeg synes også vi burde kunne gjøre

Representanten Christoffersen ba om tilgivelse for at hun skrøt av min hjemkommune Drammen, og det skal hun få. Det er veldig bra. Der skjer det mye positivt, og det har det gjort i lang tid. som er veldig spennende i dag, synes jeg, er at Stortinget enstemmig vedtar denne utvidelsen av norskopplæringen, og at det er så bred enighet om det ikke alltid en får inntrykk av det når en hører debatter i denne sal om asyl, innvandring og integrering, men i denne sak, som

og som nå gjennom et samstemmig vedtak i Stortinget får tilslutning. Også dagens regjering vil jeg gi honnør for å følge opp denne politikken. Det å utvide norskopplæringen kan synes som en unødvendighet, all den tid det står i dag at en skal ha inntil 2 700 eller 3 000 timer med norskopplæring. Men det er viktig at en understreker at dette også er en plikt, at en skal ha skriftlige prøver at en faktisk har fått et reelt kunnskapsnivå. Det er også viktig. Det var ingen selvsagt ting da denne saken først kom en syv–åtte år siden. Det som er litt urovekkende her, er at kommunene og KS føler at de ikke har fått den nødvendige tilbakemelding når det gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene av er riktignok slik at kommunene har stilt til rådighet ganske store midler til å gjennomføre norskopplæring, at det skal være mulig å gjøre det innenfor det lovverket og rammeverket som er i men jeg synes det er viktig at statsråden og regjeringen tar på alvor de signalene som kom fra KS om at spesielt litt større kommuner, mellomstore og store kommuner, kunne få noen utfordringer med det økonomiske vi aller minst at kommunene begynner å sette spørsmålstegn ved om de skal gi et godt norskopplæringstilbud ut fra økonomiske hensyn. Norge vil være godt tjent med at dette tilbudet blir godt, at det blir fulgt og at det blir fulgt opp. Derfor er det viktig at det er enighet om det økonomiske opplegget knyttet til Norsk og norskkunnskap er usedvanlig viktig. Det er avgjørende for deltakelse i arbeidslivet. I hvert fall ett av de viktigste målene med denne loven må jo være å øke yrkesdeltakelsen blant dem som er har fått norsk statsborgerskap eller som er på vei til å få det. Derfor er det utrolig viktig at en også følger opp dette gjennom undervisningen ved at det er en tilpasset undervisning som folk for deltakelse i arbeidslivet. Derfor kan ikke jeg heller være enig i merknaden fra Fremskrittspartiet om å tvinge alle til å lære Jeg tror at det er viktig at de lærer norsk og samfunnsfag samtidig, for det er viktig fra starten av å få med seg den ballasten om hvilke verdier det norske samfunnet er bygd på, hvilke forutsetninger du har, hvilke rettigheter du har og hvilke plikter du har. Den dagen de mestrer norsk godt, vil denne samfunnsfagundervisningen tilbys på norsk. Det står i proposisjonen at det skal tilbys på et Men det er ikke noe stort poeng. Det viktige her er at vi i dag samles om en utvidelse av språkopplæringen, at vi er enige om de endringene som gjøres for også å stille krav til innvandrere om deltakelse i det norske samfunn, der kravene munner ut i at alle har en plikt til å lære norsk, og at alle dermed vil stille sterkere når det gjelder å komme inn på arbeidsmarkedet slik at en unngår den debatten som sier at innvandrere er en utgift. Alles mål burde jo være at innvandrere i Norge er en positiv gevinst for det norske samfunn, som bidrar

Men det er ingen tvil om at en av de tingene vi ser med folk som har et begrenset ordforråd på norsk, er at og dem får man ikke med seg. Derfor er det å få opplæring i samfunn, og hvordan tingene virker, på et språk man forstår i dybden, helt avgjørende for at dette skal være reell opplæring i

til å gi det tilbudet som vi nå legger til grunn, i norskopplæringen og i overføringene til norskopplæring. Det får vi bare ha en dialog på med KS i tiden som kommer, for å se at det faktisk følges opp også fra Jeg vil benytte anledningen, når vi nå innfører denne ordningen og denne styrkingen av norskopplæringen, til å peke på et par ting som jeg synes det er grunn for regjeringen til å ta med seg og vurdere videre. Det har vært mye snakk om Drammen her i dag. Nå er det sånn at den nye rådmannen i Drammen også

Men jeg regner med at de også kommer til å ta opp noe av den diskusjonen og de tingene som jeg nå tar opp. Det viser seg at det er stor hvor mye norskopplæring kommunene tilbyr folk som kommer til Norge og får opplæring. Og det er ingen tvil om at de kommunene som tilbyr mest

Det er viktig å følge opp overfor de kommunene som tilbyr mindre norskopplæring. Det er også sånn at det er en vesentlig forskjell på noen av flyktningene som kommer til Norge nå, i forhold til tidligere. Det meldes tilbake at folk som har høy utdannelse fra Tsjetsjenia eller Bosnia eller Kosovo, som kom tidligere, har en helt

av den undervisningen. Det er det
både skriftlig og muntlig, er den viktigste forutsetningen for å kunne delta aktivt i yrkeslivet og i samfunnslivet for øvrig. dag har alle innvandrere mellom 16 og 55 år med en oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse, rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnsfag,

ikke minst for dem som har lite skolegang fra før. Senterpartiet mener at praktisk rettet opplæring, f.eks. språkpraksis i bedrift eller i en for mange kan være et vel så godt alternativ ikke vil medføre økte utgifter for kommunene, da mange i dag tilbyr 600 timer eller mer, og mange kommuner har klasser som ikke er

Det har vært avholdt møte mellom KS og departementet om temaet den 23. mai, og det vil bli et nytt møte når Beregningsutvalgets rapport om kostnader for til den kontakten som her er etablert mellom KS og regjeringen, og ber om at utvidelse av personkretsen for introduksjonsprogrammet. Dette gjelder personer som etter bortfall av familieinnvandringstillatelsen har fått opphold på

integrering og deltakelse i samfunnet for øvrig. De endringene i introduksjonsprogrammet vi behandler i dag, er viktige og positive. Endringene gir både rett og plikt til flere timer undervisning i både norsk og samfunnsfag. I tillegg gir disse endringene flere mennesker mulighet til å få denne Det er svært nyttig at våre nye innbyggere i Norge får en innføring i språket og hovedpilarene som vi bygger samfunnet vårt på. Derfor er det gledelig at det bl.a. foreslås å øke timetallet fra 300 til 600 timer, da det viste seg at en ordning med 300 timers undervisning ikke var nok til å lære norsk på et godt nok nivå. Det er likevel viktig å presisere at en økning i timetallet sannsynligvis vil medføre økte økonomiske forpliktelser for kommunene. Dette mener jeg at det ikke er tatt godt nok høyde for i denne saken, og jeg vil derfor vise til det forslaget som Kristelig Folkeparti fremmer sammen med Høyre og det presiseres at regjeringen i samarbeid med KS må «utarbeide konkrete kostnadsberegninger for utvidelsen av timetallet fra 300 til 600 timer». Kristelig Folkeparti ønsker også utvidelsen av personkretsen for introduksjonsprogrammet velkommen. Det er positivt at denne retten gis til flere, og at personer som befinner seg i en sårbar situasjon, slik det er fremstilt i dette forslaget, nå får en rett til å delta i

skal avgjøre hvorvidt man kan bli statsborger i Norge, eller ikke. Kjennskap til Nansen og evnen til å bøye verb må ikke være avgjørende for å bli norsk statsborger. Til slutt vil jeg si at ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap er viktig. Men det hjelper lite på integreringen dersom de som fullfører disse kursene, uansett ikke Det er klart at ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap vil gjøre det lettere for innvandrere på arbeidsmarkedet, men det endrer ikke på det at mange innvandrere ikke får jobb ene og alene på grunn av at de er innvandrere. Det å ha innvandrerbakgrunn reduserer sannsynligheten for å bli innkalt til intervju både i privat og i offentlig sektor.

på. For å endre på de holdningene som ligger bak denne diskrimineringen, kreves det arbeid over lang tid, og de endringene vi gjør i dag, er sannsynligvis et lite steg i riktig retning, slik jeg bedømmer

Innføring av obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap vil i tillegg tydeliggjøre det ansvaret kommunene har for å gi opplæring av høy Den nye avsluttende prøven i samfunnskunnskap skal bidra til at opplæringen i samfunnskunnskap blir prioritert både av den enkelte og av kommunen. Obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap vil ivareta den enkeltes og samfunnets behov for å som er omfattet av både rett og plikt til opplæring etter Ikke bestått prøve eller å unnlate å gå opp til prøve vil kunne påvirke mulighetene på arbeidsmarkedet, siden den enkelte da ikke vil kunne dokumentere hva han eller hun har lært, eller om vedkommende har dårlige resultater. Målet er at prøvene og prøvebeviset skal bli så godt kjent og få så høy status i samfunnet at det blir viktig for den enkelte både å gå opp til og å bestå

Fortsatt vil de som har behov for det, kunne få ytterligere 2 400 timer opplæring, altså vil det fortsatt være et øvre tak på 3 000 timer. Jeg er veldig opptatt av at introduksjonsloven gjennomføres så godt som mulig i kommunene. Målet med endringene som foreslås i dag, er å fremme kompetanseoppbygging for nyankomne innvandrere. Dette skal bidra til at flere kommer i arbeid og blir økonomisk selvstendige. Bedre kvalitet i opplæringen er også grunnen til at jeg foreslår kommunal internkontroll og fylkesmannstilsyn. Vi ser at det i enkelte tilfeller er for

for vårt samfunns utvikling, trenger vi også en større grad av tilsyn og kontroll med hvordan ordningene i introduksjonsloven gjennomføres og følges opp rundt om i landet. Gode resultater er ikke bare i den enkeltes interesse. Gode ikke bare i den enkeltes interesse. Gode resultater vil også for kommunenes del bety økt arbeidsdeltagelse, økte skatteinntekter og Det har vært debatten, og det mener jeg det er gode grunner for. Så oppstår det alltid diskusjoner om historisk eierskap. Jeg mener at alle som har bidratt til at vi har fått dette lovverket på plass, var et enstemmig storting som sto bak innføringen av loven i 2003. Det vil også være et

er jeg veldig glad for. Det betyr også at det er tilslutning til en helt avgjørende del av regjeringens integreringsstrategi med vekt på arbeid, språk og likestilling. God norskopplæring og god samfunnsopplæring er helt avgjørende for

Men man tar ikke de logiske konsekvensene av det. Det er greit med rett og plikt til opplæring, men det er ingen krav til resultater. Det er her jeg føler at proposisjonen og flertallet i komiteen ikke

det å ta disse prøvene blir obligatorisk, at det å fullføre det økte timetallet blir en del av grunnlaget for og statsborgerskap i Norge. Jeg har stor tro på at folk ikke vil sitte i 600 timer eller mer for ikke å lære, men vil få betydelig ut av det. Det er også det resultatene av introduksjonsordningen viser til nå. Vi har gode resultater. Dette er integreringspolitikk som virker, og det vi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

komité bak, og det er jeg glad for. Så kunne jeg også godt tenke meg en liten kommentar til Fremskrittspartiets forslag om bestått prøve. Arbeiderpartiets landsmøte har også et sånt forslag – men igjen er det denne lille forskjellen som er så viktig: Det som ligger i landsmøtevedtaket fra Arbeiderpartiet, er at vi først må sikre at vi har finansiering til å utvide retten til norskopplæring. For må man altså få rett til ytterligere opplæring og rett til å gå opp til ny prøve. Vi må også finne et fornuftig nivå på kravet skal inneholde. Jeg tror ikke det er et mål at alle som kommer til Norge, skal lære seg og/å-regelen, der tror jeg det er mange av oss som har

Norge, uansett bakgrunn, skal få tilbud om språkopplæring. Det er jo et forslag som vil kreve finansiering, og det er et forslag som vil kreve en plan for gjennomføring. Det er ting vi helt sikkert kommer tilbake til, det er ikke en del av saken her i dag, men det viser at her må vi hele tiden jobbe for å

gjør din plikt, krev din rett. Når man legger et sånt prinsipp til grunn, kan man faktisk avkreve noe. Man kan kreve resultater. Det er ikke nok å gi et man kan også kreve resultater av den undervisningen. Det er

for at man ikke foreslår det man egentlig mener på

Så det å skylde på økonomiske forhold blir for enkelt. Det har jeg rett og slett ingen tiltro til. Dette handler vel mer om intern kamp mellom regjeringspartiene, særlig Arbeiderpartiet og SV. Det er det vi ser resultatet av i dag.

Det er derfor dette med å stille krav er så åpenbart viktig. Jeg registrerer at selv etter 30 års debatt har man ikke helt

Manglende barnefaglig kompetanse, ukyndighet og sterke tabuer gjør at mange barn ikke blir trodd, sjøl når de er tydelige på hva som har skjedd. Det er dessverre mitt klare inntrykk at det har satt seg en forestilling i rettsapparatet om at barn generelt er og at mødre som fremmer anklager om vold eller overgrep, i alle fall ikke er til å stole på. Særlig gjelder dette i barnefordelingssaker. Noen tror det er vanlig at barn lyver om vold og

viser dessuten at mødre som melder sin bekymring, stort sett har gått mange runder før de orker å erkjenne at barnet deres antakelig har vært utsatt. Incestsenteret i Oslo mener at

Kompetansen må bli bedre i alle ledd, og det må stilles krav om opplæring, særlig til barnevern og rettsapparat. For det andre: Det skal ikke kunne brukes

Tvilen skal komme barnet til gode i sivile saker der det er mistanke om vold eller overgrep. Det er ikke strafferettens beviskrav som skal gjelde i Avvergeplikten går foran taushetsplikten. Dette må følges opp, også overfor helsevesenet – vi mottar mange bekymringsmeldinger, vi som jobber med disse tingene. For det femte: Det er ikke anerkjent i Norge, og det bør understrekes at slike hentydninger ikke hører hjemme i en norsk rettssal. For det til å gi disse alvorlige sakene høyeste prioritet. Vi må se nærmere på tidsbruken, og om systemene gjør at barndommen går tapt mens foreldrene kriger og rettsvesenet somler. Og for det Barnevernet skal som hovedregel anmelde disse sakene til politiet, ikke drive etterforskning på egen hånd. Det skal samarbeide med politiet, til barnets beste. Vold og overgrep,

Tabukulturen omfatter oss alle, inkludert fagfolk. Incest er om mulig enda mer tabubelagt enn såkalt vanlig vold. Mange har svært liten kunnskap, og de fleste kvier seg vel for å tro at barn utsettes for slikt. Og når du ikke tror det, så ser du det heller ikke. Støttesenterbevegelsen har sagt det i årevis: «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel.» Incestsenteret i Vestfold gjør nå et pionerarbeid hvor de skal snakke med alle barn i

Jeg stiller meg bak Vestfolds ønske om så raskt som mulig å få et barnehus for å sikre barna og familiene tverretatlig og kompetent bistand. Barnehusene som nå er til at flere får en rettssikker behandling. Flere barn vil forklare seg når de får snakke med trygge og kompetente er mange, men viktigst er kanskje at her snakker man om vold og overgrep. Det er derfor barnehusene fins. Her er ingen tabuer, her skal sannheten fram. Jeg har hospitert på barnehuset i Oslo og sett hvor viktig dette er. Dessuten er det avgjørende at også foreldrene får hjelp, og søsken, for den saks skyld. Barnehusene møter ofte mødre – men også fedre – som

vedtakene kom etter Barnas Spørretime i 2008, og må følges opp, sjølsagt i lys av evalueringsresultatene som kommer, som vi også må gå inn

at inkompetanse, manglende kunnskap og dårlig tilrettelegging og vilje til å tro på barn truer utsatte barns rettssikkerhet. Totland skriver: ser jeg ukentlig manglende evne til å gi barn utsatt for overgrep den mest elementære rettssikkerhet, både i barnevern, politi og rettsapparat. Domstolene klarer ikke alltid å gi barna absolutt førsteprioritet i slike utslag av at få overgrepsanmeldelser avgjøres strafferettslig, er at flere saker med mistanke om overgrep er henvist til å finne sivilrettslige løsninger i

mot risiko for overgrep. Hun hevder at domstolene har en tendens til å belønne den av foreldrene som er imøtekommende til en uansett årsak til at den andre parten har reist sak. Hun skriver: «Jeg har som advokat sett flere eksempler på at retten beslutter at barnet skal bo fast hos far
dette kan være
I to av sakene jeg har gått grundig inn i, har barna fortalt til flere ulike instanser at fedrene både har misbrukt dem og vært truende og voldelige. Dette har retten satt en strek over, under henvisning til at moren nok har plantet disse ideene hos ligger i lufta. Det siste året har jeg møtt en rekke mødre med lignende historier, og jeg tror vi nå trenger å gå systematisk inn i disse sakene, gjerne gjennom et eget noe av problemet er at domstolene i disse spesielle samværssakene legger til grunn strafferettens uskyldspresumpsjon, der det skal sterke bevis til for domfellelse.

i rettsapparatet. Risiko for overgrep skal i seg sjøl gi grunnlag for beskyttelse av barnet. Dette er tydelig presisert i har gjentatt dette overfor domstolene, men det synes som om de overser beskjeden. De lener seg tungt på de sakkyndige, og ofte viser alle parter en skrikende mangel på innsikt både i barns måte å uttrykke seg på,

Er han åpen for å se nærmere på hvordan vi har valgt å behandle barnefordelingssakene i Norge, og eventuelt gjøre en fornyet

Ser han at barnefordelingssaker og barnevernssaker kan gå over i hverandre, og at det kan være en fordel for barna å få en mer helhetlig vurdering ett sted? Ser han at tid er en faktor for barns helse og utvikling, og at det kan være riktig også av den grunn å vurdere en løsning hvor man slipper parallelle løp for ett og samme barn, og videre at det må vurderes å sette strenge krav til tidsbruken i alle ledd når barn er involvert? Vil han vurdere å utvide mandatet til barnehusene, slik at de kan snakke med barna og eventuelt foreldrene, også i barnefordelingssaker med påstand om vold eller

si at jeg er glad for at interpellanten tar opp disse spørsmålene – det gir oss en mulighet til en viktig debatt i Stortinget. Jeg er opptatt av at alle barn skal vokse opp i trygge omgivelser og ha rett til beskyttelse mot fysisk og psykisk mishandling. Det er barneloven som gjelder når foreldrene reiser sak for domstolen fordi de er uenige om hvor barnet skal bo fast og om samvær, og rettesnoren for den typen saker skal være barnets beste. Barneloven skal beskytte barnet, ingen barn skal ha samvær som ikke er Som jeg vil komme tilbake til, har departementet hatt og vil fortsatt ha et sterkt fokus på tiltak som kan sikre en best mulig behandling av barnelovsaker der det er påstander om vold og overgrep. Privatrettslige konflikter mellom foreldrene om bosted og

omsorgssvikt, eller der det er mistanke om at barnet er utsatt for en for tilbaketrukket rolle her, og jeg vil nå få utarbeidet en ny veileder som tydeliggjør det ansvaret barnevernet har – den rollen barnevernet skal ha i at det er svært viktig at det meldes fra til barnevernstjenesten om alvorlig bekymring for barnet. Det henger også sammen med det arbeidet vi gjør for å få flere meldinger som utsettes for omsorgssvikt. Vi er også avhengige av at hjelpeapparatet ellers og politiet tar tak i behov for beskyttelse. Og barnehusene, som interpellanten har nevnt, er svært gode eksempler på tiltak som kan gi barna tverretatlig og kompetent av foreldrene som går fra hverandre eller vurderer å reise sak for domstolen, blir enige om hvor barnet skal

I de fleste av de sakene lar dommeren seg bistå av barnefaglig sakkyndige for å hjelpe foreldrene til å komme fram til gode avtaleløsninger gjennom mekling og utprøving av

Det er viktig at barnelovsakene behandles individuelt. Fokus på samarbeid til barnets beste i saker der begge foreldrene er godt egnet, må ikke føre til at alvorlige forhold og bekymring for barnet tilsløres i saker der dette er en problemstilling. Dette er omhandlet i lovforarbeider og andre tiltak fra departementet, og det er viktig å sette på dagsordenen. Samværsretten står sterkt, både rettslig og politisk i Norge. Det er

2006, var å sikre at domstolene er tilstrekkelig oppmerksomme på alvoret i skadevirkningene hos barn som er utsatt for, eller vitne til, vold, og at dette tillegges vekt ved en samværsforelder siktes eller dømmes for vold, kan det likevel reises spørsmål om barnet er sikret tilstrekkelig beskyttelse dersom bostedsforelder ikke nekter samvær eller unnlater å reise endringssak for domstolen om fradømmelse av samvær der Jeg har satt ned en arbeidsgruppe med Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet som skal vurdere om det er behov for ytterligere lovendringer for å sikre utsatte barn bedre jeg er opptatt av denne problemstillingen. Denne arbeidsgruppen skal vurdere om det er behov for presiseringer i saksbehandlingsreglene for domstolene for å sikre grundig belysning og utredning av saker der det er påstander om vold og Jeg vil også vurdere tiltak for å styrke barns medvirkning i barnelovsaker, og jeg er glad for at interpellanten tar det opp. Det er noe jeg har vært sterkt opptatt av, bl.a. i utviklingen av barnevernet. Det er noe som FNs barnekomité har er åpenbart at vi på ulike områder har en vei å gå når det gjelder barns rett til å bli ikke bare fordi det er et moralsk viktig spørsmål at de det gjelder, høres, men jeg er veldig sikker på at det oftere vil gjøre det lettere å treffe den riktige beslutningen. har barnet rett til å bli hørt fra syv års alder, men også yngre barn skal høres i tråd med Barnekonvensjonen. Barnets mening vil likevel fortsatt være ett av flere momenter som skal tas med i en helhetlig vurdering, og det kan være andre forhold som må tillegges større vekt. Når barnet er fylt tolv år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Nyere forskning

og jeg er svært opptatt av å følge det opp videre. Det er svært viktig at dommere, advokater, sakkyndige og ansatte ved familievernkontorene har kunnskap om de alvorlige skadevirkningene av vold og overgrep, og om gode framgangsmåter i denne typen saker.

Vi ønsker at kommende fagseminarer har på dagsordenen behandling av saker der det er påstand om vold og overgrep. Jeg vil også sette i gang et til behandlingen av høykonfliktsaker. Vi har også behov for mer kunnskap om hvordan domstolene i praksis behandler barnelovsaker med volds- og overgrepsproblematikk, og mitt initiativ til forskning som kan gi oss mer kunnskap om Dommere har bred erfaring med mekling i ulike typer saker, og de benytter som regel godt skolerte barnefaglig sakkyndige i barnelovsakene. Jeg mener at de forsterkningstiltakene jeg har redegjort for, vil kunne gjøre domstolene enda bedre rustet til å ivareta de særlige hensynene i barnefordelingssaker på en god måte. Jeg ser også at spesialisering blant dommere når det gjelder behandlingen av saker etter barneloven, vil kunne fremme mer lik og kompetent behandling, og at det

Domstoladministrasjonen. Flere av de konkrete spørsmålene har vi jo muligheten til å komme nærmere inn på i ordskiftet etter hvert, men det spørsmålet som tas opp, er noe vi må møte med det største alvor. Det er derfor jeg har satt i gang både arbeidsgruppen jeg har nevnt, og ulike tiltak for å styrke kompetansen som skal behandle denne typen saker. Derfor er også mitt generelle svar på spørsmålet om ytterligere endringer at jeg er åpen for alle endringer som styrker barns rettssikkerhet, som styrker barns rett til å bli hørt. Jeg synes det er naturlig at vi i utgangspunktet går gjennom hvilke endringer vi kan gjøre for at det eksisterende systemet skal fungere enda bedre. Det er også det som målsettingen både med de kompetansehevende tiltakene vi nå setter inn, og med det arbeidet vi gjør for å vurdere endringer både i regelverk og praksis. Men jeg går til de diskusjonene med et åpent sinn. Jeg er glad for at spørsmålet tas opp i Stortinget, og jeg ser fram til en videre debatt med konstruktive innspill rundt hvordan vi kan komme videre med det enormt viktige arbeidet med å sikre at vi både avdekke flere voldsovergrepssaker, at vi er i stand til å sikre barnas rettigheter i slike saker, og at vi er i stand til å få til et godt samspill mellom det regelverket vi har for barnefordelingssaker, og det regelverket vi har for

likestillingsdepartementet og Justisdepartementet nå, og i samarbeid mellom de to departementene. Jeg håper man kan få med Helsedepartementet i større grad enn det man har klart til nå. Dette arbeidet tror jeg kommer til å få konkrete resultater også i lovverket, og det tror jeg vi er helt nødt til. Jeg er spesielt glad for å høre at departementet er innstilt på å vurdere kompetansekrav at man i dialog med berørte departementer også sikrer det samme for sakkyndige. Jeg hører fra mange

og at det samme gjør seg gjeldende der som hos de fleste andre, nemlig at man egentlig ikke ønsker å tro at det foregår, og at man heller leter etter andre typer forklaringer. Da blir jo til sjuende og sist barnet det viktigste momentet her og det sentrale for å få avdekket disse sakene. Problemet nå er at veldig mange av disse barna ikke tør å snakke, med mindre vi virkelig legger godt til rette for at de vi vet fra forskning, og som er referert også på hjemmesidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, er at det er tre faktorer som er særlig viktige for at noe om dette. Det ene er at de hadde en anledning til å fortelle. Det andre er at det hadde en hensikt å fortelle, og det tredje var at det i samtalen var skapt en forbindelse til temaet overgrep. Det betyr at barnehusene vil være en viktig arena for å sørge for trygghet og mulighet for barn til å si noe om hva de har vært utsatt for, må også de andre som

bidrar til at barna ikke tør. De tror ikke at de kommer til å bli trodd, og de føler seg ikke trygge på at de kommer til å bli tatt på alvor. Det jeg har sett i for mange saker i det siste, er at sjøl der barna forteller rett ut ulike instanser – inkludert helsevesen, inkludert i dommeravhør – at de har vært utsatt for overgrep og har navngitt den personen, settes det effektivt til side hvis en sakkyndig kan komme med dette antakelig ikke stemmer likevel, sjøl om den sakkyndige ikke engang har snakket med barnet sjøl. Da begynner jeg å bli alvorlig bekymra. Da tenker jeg: Hvis vi går så langt som vi gjør i en del av er det veldig mange andre syndere der ute også, som vi er nødt til å ta tak i.
Jeg er glad for at positivt på de ulike tiltakene som jeg skisserte i mitt svar. mener det er veldig viktig at vi tar diskusjonen om hvordan vi kan få en riktigst mulig behandling av saker som både handler om de klassiske barnelovspørsmålene og problemstillinger som dreier seg om

Så er jeg veldig opptatt av at vi klarer å løfte det perspektivet som handler om barns rett til å bli hørt, bredt i alt vårt arbeid med barn og barns rettigheter.

Men jeg er opptatt av at vi skal klare å ha det samme perspektivet i barnefordelingssaker. Jeg mener at både de eksemplene som representanten trekker fram og de perspektivene hun har i sin interpellasjon, er viktige i det arbeidet, og det vil bli en del av grunnlaget for de vurderingene vi skal

Det er godt at vi får en debatt om det. Når det gjelder barnefordelingssaker, er det

Det er nå engang slik at det er det som er rettsprinsippet. Det er vi nødt til å ha i bunnen i slike saker. Så vet vi

håper jeg statsråden tar med seg i det videre arbeidet og får gjort noe med så fort som mulig. Vi var litt inne på det at barn blir utsatt for vold fra sine foreldre.

Jeg vil starte med å takke representanten Thorkildsen for å sette en veldig viktig sak på dagsordenen. Jeg synes det initiativet representanten tar, er veldig positivt, og jeg synes det er viktig at temaet, for på mange felt blir ikke barns rettssikkerhet godt nok ivaretatt. Det er det ingen tvil om, og det er derfor viktig at Stortinget er opptatt av dette og diskuterer hvordan vi kan styrke barns rettssikkerhet på mange I et temahefte som er utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, står det veldig mye bra, veldig mye viktig, om barns

beslutninger sammen med andre. Retten til deltagelse representerer en grunnleggende menneskelig rettighet, nemlig retten til innflytelse og medbestemmelse liv. Det er et grunnleggende behov å ha innflytelse i eget liv. Dette gjelder også for barn. Forskning på barns

Jeg synes dette er veldig godt skrevet. Dette er også litt av

for det som også FNs barnekomité sier, nemlig at de er «betenkt over at barnets rett til å bli hørt ikke er fullt ut implementert i praksis eller effektivt praktisert i

som har 25 års fartstid i barnevernet, forsvarte nylig sin masteroppgave, «Er det noen som vil høre på meg?» Hennes hypotese var at barns stemme er litt tydeligere enn men ikke mye. Berit Skauge fikk et nedslående resultat. Hun fant at barnet i enda mindre grad enn tidligere blir informert og tatt med i sin egen sak. Dette er bekymringsfullt. Det viser faktisk at det går i feil retning i forhold til det man kunne ha ønsket, og i forhold til det

Neste uke skal vi behandle en sak i denne sal som nettopp omhandler barns rettigheter og innflytelse over eget liv. Det er nedfelt i barneloven, og det

bli høyrde. Først vil jeg gi ros til gjennom den debatten som er reist. Vold og overgrep mot unger kan aldri bekjempes tungt nok.

og det må løftes fram i lyset, fordi vi vet at det skjer i langt større grad enn det vi liker å tenke på, i lokalsamfunn rundt omkring i Vi som jobber med unger i ulike sammenhenger gjennom vårt politiske arbeid, møtes med mange innspill om svakheter ved ungers rettssikkerhet

Når det gjelder overgrep og vold, er det ikke noen tvil om at det er for få saker som kommer til etterforskning, det er for få saker som kommer for rettsapparatet, og det er for få voldsutøvere og overgripere som blir dømt for

kan sannsynliggjøre at det har skjedd noe, slik at man kan felle en dom. Det er det som er utfordringen i den debatten. Ikke desto mindre er det viktig, som interpellanten tar opp, å styrke kompetansen når det gjelder barn og unge i hele

vi mange meldinger om at ungers rettssikkerhet ikke er godt nok ivaretatt. Det er derfor viktig å arbeide videre med å

er også blitt påpekt av de fleste andre som har hatt ordet i debatten. Samtidig vil det også være en balanse mellom å lytte til unger og be om samtidig ikke gjøre det på en måte som gjør at unger føler at de pålegges et ansvar for de beslutningene som blir tatt. Barnefordelingssaker er, som

utfordringer på en offensiv måte, både når det gjelder barnehusene – at det nå kan være på tide å vurdere mandatet i forbindelse med at de blir evaluert, og se på om de skal brukes i flere typer saker, eller om man skal slippe måtte anmelde saken for å kunne forklare seg for de kompetente fagfolkene som jobber der – og når det gjelder dommere, at man vil vurdere krav til formell kompetanse. Det er veldig positivt. Jeg vil da supplere igjen ved å si at sakkyndige tas med i betraktninga. At man har igangsatt utviklingsprosjekter og forskning fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets side, er også veldig positivt når det gjelder barnefordelingssaker hvor det er mistanke om vold og overgrep. medvirkning er også et tema som debatteres stadig vekk i komiteen som statsråden møter Det er også ekstremt viktig. Blant andre Laila Marie Reiertsen pekte på dette, og det samme gjorde Jeg tror dessverre det for ofte er sånn at man ikke snakker med barna direkte. Det har vi vel også fått belegg for i ulike typer studier. Jeg trodde i mange år at det var sånn at det barnevernet gjorde, det var jo å snakke med barn, at det var det de var opplært til. Men det viser seg jo at barnevernet har ikke kompetanse til Men det viser seg jo at barnevernet har ikke kompetanse til å snakke med barn i utgangspunktet. De er ikke lært opp til å snakke med barn. Det mener jeg vi må sikre at de i større grad skal kunne. Så er det dette med tidsaspektet, som flere har vært inne på. Det må vi ta skikkelig styre særlig politi og domstoler. Der har jeg hørt justisministeren i det siste komme med veldig oppløftende, offensive lovnader, ikke minst i Vestfold Så skal vi jo legge fram en stortingsmelding om velferdsstatens yrker. Det er en veldig god anledning til å si noe om disse tingene og hvor viktig det er å få opp temaet vold og overgrep. Hvis ikke det temaet blir snakket om og man ikke

incestsentrene har sagt i alle år: Du ser det ikke før du tror det. Så har Solveig Horne vært inne

de fleste overgriperne er fortsatt menn, viser disse undersøkelsene som vi gjør om omfang, og de aller fleste saker som bringes fram, blir brakt fram av mødre. Men jeg syns det er veldig bra at representanten Horne også tok opp spørsmålet om samvær når man til og med

og som jeg også var inne på i mitt første innlegg i dag, nemlig de ulike sakene som kom opp i fjor, som stilte spørsmål ved hva som skjer med barn der en forelder er dømt for vold, og

at jeg ønsket å se på muligheter for å endre loven, sånn at den gir bedre beskyttelse for barna. Vi utreder behovet for lovendringer, og jeg tar sikte på at vi kan sende et eventuelt høringsnotat ut på alminnelig høring innen utgangen av året. Så det er et arbeid som vil bli fulgt opp fra

Jeg mener det er helt avgjørende, og den debatten vi har i dag, belyser hvorfor det alltid skal være barnets beste som ligger til grunn for de beslutninger som tas.

Så tar jeg på alvor det representanten Linda C. Hofstad Helleland tok opp knyttet til forskning. Resultatene av det arbeidet hun pekte på, er jo verdt å se på. som jeg også nevnte i mitt innlegg: Nyere forskning, fra 2010 ved forsker Kristin Skjørten, viser positive funn knyttet til at barn i hovedsak blir hørt fra syv års alder, men her har vi behov for et godt kunnskapsgrunnlag framover. Jeg har lyst til å takke alle som har deltatt for en konstruktiv debatt, og jeg kan love Stortinget at de tingene som jeg har nevnt, vil bli fulgt opp

av verdens totale inntekter, men står for to tredjedeler av alt arbeid som De er fortsatt de som er mest utsatt for analfabetisme, og i mange land er det fortsatt sånn at de blir fortalt hva de kan og ikke og de må underlegge seg strenge og konservative kleskoder. Saudi-Arabia ser ut til å være det landet den arabiske våren glemte.

Likevel mener mange at han indirekte adresserte landet, som tradisjonelt har vært en viktig alliert med USA når det gjelder regional sikkerhet og energi. Obama ga uttrykk for at «status quo er Obama ga uttrykk for at «status quo er ikke bærekraftig», og det er liten tvil om at båndet mellom Saudi-Arabia og USA er sterkt svekket etter Den saudiske responsen på at USA så raskt etter at urolighetene skjøt fart i Egypt presset på for at Mubarak skulle gå av, har vært sterke. Saudi-Arabia treffer også tiltak for å støtte og USAs holdninger til Mubarak sies å være den direkte foranledningen til at Saudi-Arabia sendte militære styrker til Bahrain for å hindre at kong Hamad ble avsatt. Det arabiske opprøret som finner sted rundt Saudi-Arabia, har bidratt til å gi næring til mistilliten. i Saudi-Arabia gir grunn til dyp bekymring. I følge Amnestys årsrapport om Saudi-Arabia for 2011, er kvinner fortsatt utsatt for diskriminering i lovverk og i praksis, og de utsettes for vold både i hjemmet og utenfor. Vi har konkrete saker om barn – jenter nede i tolvårsalderen som må gifte seg med menn på 80 år. Vi ser også

tortur, religiøse minoriteters stilling, beskyttelse av menneskerettighetsaktivister, ytringsfrihet og særlig kvinners rettigheter. Blant andre tok Egypt, Canada, Sverige og Norge opp spørsmål knyttet til kvinners rettigheter. Det handler om å gi kvinner fulle borgerlige rettigheter, inkludert stemmerett på linje med menn. Det handler om full adgang til arbeid, utdanning, helsetjenester for kvinner, om å fjerne det strenge systemet med at kvinner må ha mannlige verger og om å gi kvinner full bevegelsesfrihet. Canada tok også spesielt opp forbudet mot at kvinner kjører bil. I den store konteksten kan det virke som et veldig lite problem, men i realiteten er det jo uttrykk for noe langt mer, nemlig en undertrykking av kvinner. Hele begrunnelsen er å hindre kvinner i å bevege seg fritt, og dermed selvsagt å forhindre selvstendighet og frihet. Kombinert med reglene om at alle kvinner skal underlegges en mannlig verge i familien, gjør det at kvinner i prinsippet kan bevege seg fritt veldig få steder – uten følge av en mann. En ytterligere faktor som understreker hvor innskrenket kvinners bevegelsesfrihet er, er at ikke har noe offentlig transportsystem som alternativ til bil. 8. november 1990 ble det utstedt en fatwa i Saudi-Arabia som forbød kvinner å kjøre bil. Siden 2005 har det vært mange diskusjoner om dette kvinner aksjonerte mot kjøreforbudet fikk de få som viste dette motet, reiseforbud i ett år, de mistet jobben i to og et halvt år, og de ble fordømt av Som vi har sett andre steder i Midtøsten og Nord-Afrika denne våren, spilte sosiale medier en viktig rolle i å reise debatten på nytt – og takket være nettopp de sosiale mediene, ble også debatten spredt til et langt større publikum utenfor

Twitter. Dette har blitt fulgt av flere arrestasjoner av kvinner som har blitt tatt for å kjøre bil, og noen av dem for at de i tillegg har lagt ut videoklipp av sine aktiviteter på YouTube. Manal al-Sharif ble arrestert etter å ha lagt ut et

juni. Flere kommentatorer i Saudi-Arabia har pekt på at det som skiller debatten nå fra debatten tidligere, er at den nå kommer fram under andre omstendigheter – opprøret i Midtøsten og Nord-Afrika er

Al Arabiya skrev i en artikkel at mye har skjedd siden fatwaen ble utstedt – befolkningen har økt fra 14 millioner til 27 millioner, og kvinner har fått en gradvis i Saudi-Arabia har skrevet et åpent brev til USAs utenriksminister Hillary Clinton og EUs utenrikssjef Catherine Ashton, der de bes om å gå offentlig ut og støtte kvinners rett til å kjøre bil – en kampanje som anses som de siste to Norge er nettopp valgt inn i styret i UN Women, og vi har også sete i Menneskerettighetsrådet. Det gir oss en anledning til å ta opp spørsmål knyttet til menneskerettigheter, og kanskje særlig kvinners rettigheter, med Det er grunn til å vente sterk opposisjon internt mot aksjonen. Menn er blitt oppfordret til å bruke båndene på hodeplaggene sine til å blir det viktig å se i Saudi-Arabia det som nå ses andre steder i den arabiske verden: en massiv og pågående protest mot at kvinner bør gis stemmerett. Det er ikke Shura-rådets avgjørelse, og det er ganske betegnende at uttalelsen kom like etter at registreringsfristen for lokalvalget i kan nok uttalelsen ses på som et lite glimt av håp i en ellers svært vanskelig situasjon for saudiske Spørsmålet til utenriksministeren blir derfor hva Norge kan gjøre for å støtte saudiske kvinners rettigheter, og om han vil reagere mot trakassering og arrestasjoner av saudiske kvinner som utfordrer kjøreforbudet, f.eks. i forbindelse med den planlagte aksjonen 17. juni?

men det kan aldri brukes som unnskyldning for å bryte internasjonale menneskerettigheter. Menneskerettighetene er universelle, nettopp fordi de skal gjelde for alle, uavhengig av religion, rase, kjønn, alder eller hvor du bor. Ikke-diskriminering er et av de mest grunnleggende prinsipper i de internasjonale menneskerettighetene.

Kvinner kan ikke kjøre bil, og er pålagt svært strenge krav om å dekke seg til. Selv om dette skulle være uttrykk for en annen vil jeg understreke at denne politikken som fører til diskriminering av kvinner, er beklagelig og for oss uforståelig. Norske myndigheter tar opp dette hver gang vi har kontakt med myndighetene og det politiske norske posisjoner godt. Vi vil fortsette å være tydelige overfor dem når det gjelder diskriminering av kvinner og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Som interpellanten viser til, har Saudi-Arabia verken ratifisert Konvensjon om sivile og politiske rettigheter eller Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle har imidlertid sluttet seg til fire andre FN-konvensjoner på menneskerettighetsområdet: Rasediskrimineringskonvensjonen, Torturkonvensjonen, Kvinnekonvensjonen og Barnekonvensjonen. Men saudiske myndigheter har tatt ved alle disse konvensjonene mot bestemmelser som de mener er i strid med islam – uten videre spesifisering. Jeg sier dette fordi andre land som legger vekt på islam, ikke følger Disse vage og generelle reservasjonene, som også er blitt kritisert internasjonalt og lokalt, bl.a. av FNs høykommissær for menneskerettigheter og av den lokale organisasjonen National Society for Human Rights, gjør det vanskelig å vurdere i hvilken grad kongedømmet føler seg Derfor er det viktig å fortsette å ta opp Saudi-Arabias forpliktelser i henhold til konvensjonene og vise til at de ikke er i strid med De siste årene har de politiske kontaktene mellom Norge og Saudi-Arabia blitt styrket. På tross av store politiske og kulturelle forskjeller er Saudi-Arabia en viktig samarbeidspartner for Norge. Saudi-Arabia er oljeland og har bl.a. også ambisiøse planer for utvikling av solenergi. Både Norge og Saudi-Arabia har felles interesse av stabile oljepriser og utvikling av teknologi som kan redusere klimautslipp fra olje og gass. Dessuten er Saudi-Arabia en viktig aktør i Midtøsten. Kong Abdullah står bak Det arabiske fredsinitiativet, og landet er største arabiske giver til de palestinske selvstyremyndighetene. Økt kontakt med saudiske myndigheter har gitt en bredere arena for å ta opp spørsmål også om menneskerettigheter.

også tatt opp menneskerettighetsspørsmål med saudiske myndigheter. Disse spørsmålene vil fortsatt bli satt høyt på alle besøkende delegasjoner på politisk nivå mellom våre to land. Det er de åpne politiske forbindelsene som gjør en slik dialog praktisk mulig. Kvinners situasjon må også tas opp gjennom internasjonalt samarbeid, i multilaterale prosesser. Norge er

Allerede i mitt første møte med ambassadøren la jeg vekt på at menneskerettigheter vil være et av de temaer som vi bør ha en direkte og åpen kommunikasjon om. Dette ønsker også ambassadøren. Når det gjelder vår egen ambassade i Riyadh, har den tett kontakt med

Norge støtter også et UNODC-prosjekt mot menneskehandel innenfor Den arabiske liga, som bl.a. fokuserer på Saudi-Arabia som ett av de mest problematiske i regionen på dette området. Kvinner er særlig utsatte ofre for menneskehandel, til tigging og prostitusjon. Prosjektet, som Prosjektet, som vil gå over tre år, vil

Dessverre er det mange tilfeller her hvor sponsorer bruker dette til å tvinge fremmedarbeidere til helt uakseptable arbeidsforhold. Media har spesielt rapportert om grove overgrep fra sponsorer mot teknologieksperten i Aramco som sto bak den Facebook-kampanjen som oppfordret kvinner til å kjøre bil 17. juni, ble først fengslet etter å ha blitt stoppet i en trafikkontroll 21. mai, og ble

Etter løslatelsen har hun trukket seg fra kampanjen, mens flere andre kvinner har lovet at de likevel vil gjennomføre aksjonen 17. juni. Flere andre kvinner har også lagt ut saudiske medier har omtalt kravet om å oppheve forbudet mot kvinnelig bilkjøring med stor sympati. Avisen Saudi Gazette har gitt støtte til å oppheve forbudet på

har også slått fast at det ikke strider mot islam at kvinner kjører bil. Dette er én av interessante stemmer som vi kan legge vekt på. Men det har også kommet negative reaksjoner fra religiøse lærde og konservative krefter. En religiøs sjeik oppfordret kong Abdullah til å idømme al-Sharif offentlig pisking, noe han senere trakk

Organisasjonen Human Rights Watch er blant dem som har kommet med tydeligst opprop til kong Abdullah om at al-Sharif måtte løslates. De viste til at forbudet mot kvinnelig bilkjøring er 15, som slår fast at myndighetene har en forpliktelse til å sikre at kvinner og menn har samme lovmessige rettigheter knyttet til bevegelse av personer. et generelt forbehold mot bestemmelser i konvensjonen som er i strid med sharia. Saudiske myndigheter har samtidig slått fast, ved en rekke anledninger, at sharia ikke forbyr fra 1990 for å begrunne forbundet; det fremgår nemlig ikke av loven at kvinner ikke kan kjøre bil. Denne fatwaen kom for øvrig etter at en gruppe kvinner kjørte bil gjennom den saudiske hovedstaden med krav om å få kjøre. For å oppsummere, med utgangspunkt i denne hendelsen: Norske myndigheter vil fortsette å følge utviklingen av kvinners rettigheter i Saudi-Arabia – i stort og prinsipielt

at Norge legger de samme standardene til grunn i forhold til menneskerettigheter uansett hvilket land det er snakk om, uansett om det er et land som betyr mye for Norge når det gjelder samarbeid, eller om det er et land som betyr lite for Norge. Det må ikke være sånn at det er lettere å kritisere land som ikke betyr noe, enn land som er

og FNs sikkerhetsråd diskuterer nå. Det er en stor dynamikk i hele regionen, og mellom de heftige politiske diskusjonene – som komiteen da faktisk også fikk oppleve det som skjer i Tunisia, og om den militære operasjonen i Libya, er det jo nå opprør i andre land som foreløpig er noe uforløst, og da tenker jeg særlig på Syria og Jemen. Når det gjelder Syria, har Saudi-Arabia inntatt den holdning at først støttet kong Abdullah president al-Assad. Så ble det veldig stille. Så har en del av fredagsbønnene også i Saudi-Arabia blitt brukt til å støtte opprørerne.

Så til spørsmålet fra interpellanten – i et treminutterssvar er det ikke lett å gå veldig mye i at vi må ha håp. Vi er nødt til å knytte an til det som er folks aspirasjoner – respekt for menneskerettigheter, deltakelse, demokratisk utvikling, Jeg tror at noen av landene som velger den veien, har muligheter til å lykkes med det. Vi ser at i vår tid er det å stå imot den type folkelige bevegelser over noen tid oppskriften på at alt går i

ikke støtter at Norge skal innføre ensidige sanksjoner, er det heller ikke noe poeng at Norge ikke har dialog med disse landene. Vi har ambassader der – vi kan hente inn informasjon, og vi kan formidle vårt budskap. Veldig sjelden er det til hjelp at vi ikke har kontakt, og at vi ikke kan formidle det vi mener. Presidenten vil bemerke, primært til interpellanten, at oppfølgingsspørsmål og oppfølgingskommentar vel skal være relatert til det

står det dårligere til. Det er beskrevet godt her i dag, gjennom foregående talers innlegg. En stor oversikt over kvinners deltakelse og innflytelse lages av Verdens økonomiske forum. De dokumenterer ulikhetene mellom menn og områder: økonomisk deltakelse, utdanning, helse og politisk makt. Rapporten sammenligner likestillingssituasjonen i 115 land. Jemen og Saudi-Arabia kommer sist og nest sist

rådet nå, så vidt jeg vet, ingen kvinnelige representanter blant de 150 medlemmene. Denne underrepresentasjonen er én av flere ting som

Fremme av kvinners rettigheter er blant Norges utenrikspolitiske prioriteringer. Det er viktig at vi fortsetter å gjøre hva vi kan i alle mulig fora for å få til endringer i saudiarabisk politikk, slik vi gjør gjennom en konsekvent holdning på dette området overfor alle land som bryter er en av verdens største bistandsdonorer og også en av verdens største oljeprodusenter. Dette er en av at Saudi-Arabia har en spesiell stilling for mange land. Realpolitikken viser at Norge både må og bør ha økende politisk kontakt med Saudi-Arabia. Hvorfor sier jeg dette? Jo, det isolert sett kan føre til at presset mot Saudi-Arabia om å fremme menneskerettighetene ikke blir sterkt nok. Det kan vi ikke akseptere. Tvert imot, dette gode muligheter til å legge press

Norge har tatt opp situasjonen for saudiske kvinner i FNs menneskerettighetsråd. Ambassaden i Riyadh har en handlingsplan for menneskerettigheter. Norge støtter et prosjekt mot menneskehandel som innebærer opplæring i Vi har engasjert oss for at Den arabiske liga skal lage en regional konvensjon mot menneskehandel. Denne er, så vidt jeg vet, nå klar og vil etter planen i Saudi-Arabia i juni. Dette er gledelig. Håpet er at konvensjonen blir forpliktende, og at den kan bidra til å bekjempe menneskehandel, både i regionen og i enkeltland, inkludert i Når det gjelder dødsstraff, mener jeg at vi må bidra til å skape en bred internasjonal opinion og et bredt internasjonalt initiativ mot dødsstraff. Situasjonen i dag i henhold til den sentrale folkeretten er at i henhold til den sentrale folkeretten er at regjeringer kan si at dødsstraff er en del av deres straffelov som utlendinger, eller utlandet, ikke har noen rett til

embetsverk og adel. Demokrati ble da grunnlaget for en nasjon med et fredelig folkestyre og Mine største helter i verden er de som hver dag utsetter seg for farer og ubehag gjennom å kjempe for grunnleggende rettigheter for oss er en selvfølge. Bilkjørende saudiarabiske kvinner er en del av dem jeg deres kamp, og jeg er glad for det arbeidet som Norge hver eneste dag gjør for å bedre menneskerettighetene for mennesker som ikke har det som oss i denne verden.

er det ikke fritt for at jeg lurer på hvilket århundre jeg befinner meg i. Det hele er så surrealistisk at vi er nødt til å diskutere det i Stortinget i 2011. Slik burde det ikke Jeg reagerer når jeg hører at man sier at Saudi-Arabia er en viktig samarbeidspartner, og at man må ha politisk dialog. Jeg kan være enig i at vi må ha politisk dialog, men jeg er kanskje mer skeptisk til at vi aksepterer at Saudi-Arabia er

Først vil jeg selvsagt takke interpellanten for å sette et svært viktig tema på dagsordenen. Jeg trodde heller ikke det jeg så da jeg leste at man hadde startet en Facebook-gruppe som anmodet om å slå en kvinnelig bilsjåfør i Saudi-Arabia. Først tenkte jeg at dette kunne umulig være riktig, men dessverre.

men det er jo heller ikke tilfellet; dette er snarere et demonisk og undertrykkende styresett. Her er noen av reglene for kvinnene i Saudi-Arabia: En kvinne kan ikke bevege seg utenfor hjemmet uten følge av enten En kvinne kan ikke kjøre bil. En kvinne kan ikke arve. En kvinne kan ikke kreve skilsmisse. En kvinne kan ikke få foreldreretten til barna. En kvinne kan ikke omgås menn som ikke

kommer til å være mange modige kvinner ute på veien. Det religiøse politiet ble for bare noen dager siden angrepet av en ung kvinne og så kraftig at han måtte på sykehus. Så kvinnene gjør opprør – selv om vold ikke er det lureste. Det kan fort bidra til at det religiøse politiet faktisk kjører et enda strengere

da er det grunn til å For en ting er sikkert: Fundamentalister ønsker ikke at kvinner skal ses på med likeverd og respekt. Og vi må passe godt på

Kvinners vilkår i Saudi-Arabia og store deler av den arabiske verden er først og fremst et menneskerettighetsproblem. Det er også et demokratiproblem. Kvinner diskrimineres når de nektes rettigheter som er universelle, og som er slått fast i FNs erklæring om menneskerettighetene. For det når de nektes rettigheter som er universelle, og som er slått fast i FNs erklæring om menneskerettighetene. For det andre er denne kvinnediskrimineringen også en kraftig hemsko for økonomisk og sosial utvikling i store deler av Dette er dokumentert i en rekke studier og var et hovedtema for UNDPs 4. rapport om menneskelig utvikling i En rekke av de arabiske land har enorme naturressurser i form av olje og gass, noe som materielt sett har gitt dem muligheter til rikdom, velstand og allmenn velferd, men knapt noe sted på kloden er preget av større

Jeg føler meg trygg på at presidenten vil akseptere min karakteristikk som innenfor parlamentarisk ordbruk: Dette er rett

sentrale elementer i denne patriarkalske tradisjonen. Mange saudiske kvinner vil ha endringer. Det foregår diskusjon om hva det betyr å være muslimsk kvinne i vår tid. Impulser fra verdens demokratier påvirker ikke minst dem som tar høyere utdanning og

Det er ikke tilfeldig at den nylig avdøde Al Qaida-lederen, Osama bin Laden, kom nettopp fra dette landet. I Norge ser vi med håp og forventning på at den arabiske våren kan gi mer demokrati og menneskerettigheter til befolkninger som lenge de folkelige opprørene med krav om frihet skulle bli kuppet av ekstreme islamister, kan denne kampen for frihet og menneskerettigheter stå i fare. Kvinneperspektivet er helt sentralt i vår Men vi må heller ikke glemme kravet om respekt for andre grunnleggende rettigheter, som også er svært aktuelle, dessverre, i nettopp Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er blant verstingene i verden når det gjelder brudd på Fra Kristelig Folkepartis side ser vi det som selvsagt at Norge konsekvent må ta opp menneskerettighetene generelt, og ikke minst kvinners rettigheter i alle fora der situasjonen i Saudi-Arabia og lignende arabiske land naturlig er et tema. Det gjelder selvsagt i FN-organisasjonen UN Women, hvor både Norge og Saudi-Arabia nå sitter sentralt. Men det gjelder også i en rekke andre internasjonale organer og i Norges direkte kontakt med myndighetene i Saudi-Arabia og land med lignende utfordringer. Det kan nok hende at presidenten deler representantens beskrivelse.

særlig rolle i regionen, kanskje spesielt overfor land som Syria og Jemen. Da Saudi-Arabia var tema for interpellasjonen, og FNs sikkerhetsråd akkurat i dag diskuterer en resolusjon om å jeg det faktisk unaturlig å utelate det og faktisk svært naturlig å kommentere det. Nettopp fordi mange kommentatorer og redaktører og andre peker på at disse kvinnene som skal aksjonere neste fredag, representerer det sterkeste sterkeste kvinnebevegelsen på 20 år, og at det opprøret som kommer, har sprengkraft i seg til å føre til noe av den samme uro og noe av de samme bevegelsene som man har sett i andre land i regionen, er det jo grunn til også å være en smule optimistisk, sjøl om det er en deprimerende situasjon. Skal håpet om forandring i Egypt, i i alle landene i regionen i Nord-Afrika og i Midtøsten lykkes, kreves det jo at kvinner med ulik bakgrunn, ulik religiøs oppfatning er fullverdige når man skal diskutere framtida til disse landene. Dette er noe av den samme situasjonen som vi har sett i forhold til fred og sikkerhet. Jeg hadde en interpellasjon om FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet for ikke lenge siden, der nettopp mange av de i et land, må kvinner være partnere i den utviklingen. Det er mye som har forandret seg i løpet av 100 år, men det er mye som faktisk er det samme også. er mange regjeringer og myndigheter verden rundt som henger etter i skal gjennomføre. Det betyr at forskjellene og splittelsene i samfunnet blir dypere, og det betyr også at man får større ulikhet mellom kvinner og menn. Det er en risiko for at kvinnene blir stående på sidelinja i kjølvannet av disse revolusjonene, sjøl om de sto skulder ved skulder med menn på Tahrir-plassen og andre steder i regionen. høyest, fordi de følte urettferdighetene og de manglende menneskerettighetene så sterkt på kroppen, men de har også nå en risiko for å bli stående på Jeg legger til grunn at utenriksministeren legger opp en konsekvent og konsistent linje når han snakker menneskerettigheter med Saudi-Arabia. Det må være samme standard uansett hvilket land vi snakker med og Jeg legger også selvfølgelig til grunn at han vil reagere på menneskerettighetsbrudd og på trakassering av kvinner i forbindelse med den aksjonen som skal være fredag om en uke.

Samtidig har det gjort inntrykk på meg i diskusjoner med saudiarabiske representanter i litt ulike miljøer også påpeker – om jeg blir tillatt å si det – at kvinner i Saudi-Arabia på mange måter også representerer den mest konservative kraften på slik at det er støttespillere til tradisjoner, tolkninger, også blant kvinner, for regler som rammer kvinner – slik vi ser det, og slik universelle menneskerettigheter indikerer det. Det bare understreker kompleksiteten i disse spørsmålene i samfunn som ikke er inne på en reformvei i forhold til hva vi definerer som reformer. er det egentlig enkelt å svare på komitélederens oppfordring om å være «konsistent» og «konsekvent», for det som gir utgangspunktet for å kunne være begge deler, er jo de universelle menneskerettighetene og de konvensjonene landene har sluttet seg til. Nå er dilemmaet med Saudi-Arabia at de ikke har sluttet seg til alle, og at de har tatt forbehold om noen. Men det er heller ikke slik at det gjør det umulig for oss å markere våre synspunkter på det. Jeg er glad for at det er støtte i denne sal til at vi har dialog. Jeg skjønner at representanten Woldseth synes selv det er krevende, og jeg forstår det. Men jeg vil veldig sterkt tale for at vi gjør det, fordi det er veien å gå for å kunne få kommunikasjon på tvers av skillelinjer som er

for det som ledet opp til forandringene der for 20 år siden og i utviklingen etter. Jeg tror det var null norske bedrifter i disse landene i 1990, nå er det

Det er grunnleggende urettferdig å frita en del av kommunens innbyggere fra en skatt som ikke er øremerket bruk i noen bestemt del av kommunen.

Det voteres da samlet over innstillingens forslag til vedtak med det tillegg som presidenten har referert, men med unntak av § 6 annet ledd nytt tredje

og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ingen forslag til anmerkning, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling